forbrukere er interessert i å kjøpe dette, for dette er et kvalitetsprodukt som smaker godt, og som de gjerne vil ha. Da er også norske og utenlandske forbrukere veldig villige til å betale. Jeg er glad for at vi har fått saken. Jeg er glad for at regjeringen ser på dette som en stor mulighet for norske bønder, og jeg er glad for at Stortinget er såpass samlet om de tiltakene som er lagt

norsk næringsliv så lenge det har vært bosetning i Norge. På tross av lite dyrkbart areal har landbruket stått for sysselsetting og matproduksjon og dannet grunnlaget for bosetning over hele landet. Utviklingen av industrisamfunnet og senere servicesamfunnet har redusert sysselsettingen i Det er i dag flere sysselsatte i primærnæringen enn i industrien i Norge. Om lag 45 000 bønder leverer til næringsmiddelindustrien, som sysselsetter om lag 40 000. I tillegg kommer alle som jobber i næringer knyttet til landbruket. Dette forteller at det er en viktig næring vi snakker om – og en stor næring. La oss slå det fast først som sist: Gården er en ressurs for Norge. Med dette sagt, skal vi ikke slå oss til ro med det. Dette er en ressurs som fortsatt har potensial for videreutvikling. Potensialet er stort innenfor både innovasjon og gründerskap. Kristelig Folkeparti mener at det ved en aktiv næringspolitikk vil kunne skapes flere gründere og økt verdiskaping med utgangspunkt i landbruket. I det grønne skiftet vil bioøkonomien spille en avgjørende rolle, og det er klart at ressursene fra jordbruk og skogbruk vil stå sentralt i dette. Verdens eldste produksjonsprosess, fotosyntesen, vil ikke bli mindre viktig i framtiden – nei, den vil være selve kjernen i grønn økonomi. Men det er viktig å huske at denne utviklingen ikke skal komme i stedet for den primære produksjonen i jordbruket, som er mat. Potensialet ligger i at dette springer ut av en forankring i basislandbruket. En landbrukspolitikk som gjør det stadig viktigere å skaffe seg tilleggsinntekter, og som setter matproduksjon i annen rekke, vil ikke bidra inn i et bærekraftig grønt skifte. Innovasjon og gründerskap skal springe ut av en basis i primærproduksjonen, slik Kristelig er tilfreds med at Stortinget gjennom denne stortingsmeldingen har satt fokus på ressursene og potensialet som ligger i norsk landbruk. Dette danner et godt grunnlag for en aktiv landbruks- og næringspolitikk, som styrker grunnlaget for vekst med basis i en av våre viktigste næringer. En gård er

En gårdbruker er en som gjør det som lønner seg mest innenfor sitt handlingsrom. Å drive en gård er i stadig endring. Det er røtter og vinger, det er rotfeste og nyskaping, eller som det står i meldinga at en fransk osteprodusent, André Valadier, sier: «Modernitet utan tradisjon er sterilt, tradisjon utan modernitet er idioti.» Presist – bra! Det er også det som er kjernen hos den norske gårdbrukeren: røtter og vinger, forankring og nyskaping. Basisen er det som vokser på arealene. Det er mat og tømmer. Nøkkelordet er lønnsomhet, og det er et ord som nesten ikke finnes i dokumentene fra departementene når det gjelder jordbruksvirksomhet. Lønnsomhet – det er ikke mulig å drive næring uten at det er lønnsomhet. Basisen er altså arealene, og forutsetningen for at ungdommen tar tak i arealene er at det er lønnsomhet. En satser på utdanning, en satser tid, og en satser penger. Og så har vi supplement. Det vanligste er leiekjøring, jakt og fiske og utleie av bygninger, men vi ønsker å komme videre. Vi ønsker å komme videre, og det er mange fine ord i dette dokumentet: «Garden som ressurs – marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte Men det mangler, som jeg nå har vært inne på, to nøkkelord, nemlig større lønnsomhet. Å tilrettelegge forutsigbare rammebetingelser for driftige folk er kjernen, og jeg vil si for alminnelig dyktige folk. De som har tatt fatt i tilleggsnæringene, er spesielt dyktige. Da blir det ikke så mange. Det må være alminnelig dyktige folk som finner lønnsomhet i det. De som er spesielt dyktige, skal jo ha stor lønnsomhet. Dette er ikke noe nytt. Statsråd Øyangen startet opp med dette på slutten av 1980-tallet. Nå begynner vi å se noen små resultater av det. Hele tida har det vært mange besvergelser over hvor viktig dette er, men det har i veldig liten grad vært tilrettelagt for lønnsomhet for den alminnelig dyktige. Politikere nærmest sparker i løsgrusen og prøver å komme videre. Det blir ikke noe særlig dreis på det, for det mangler lønnsomhet. Det er mange gode ønskemål, men det er altså spørsmål om å komme videre. Det står i en merknad fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: «Felles for svært mange av de landbruksbaserte bedriftene som har lyktes best i markedet, er at de har klart å etablere gode og forpliktende arbeidsnettverk.» Ja, nok et nytt, fint ord, «arbeidsnettverk». Jeg vet ikke hva det betyr, men det betyr vel at en samarbeider. Og det er vesentlig, men i veldig mye av det som har med lønnsomhet å gjøre, er det spørsmål om å ha makt i markedet, slik at en får betaling for sin innsats i den verdikjeden en er en del av, som blir rettferdig. Det er veldig mange som er opptatt av det som skapes fra gården, for sjøl å lage til andre aktiviteter hvor fortjenesten ligger, men hvor fortjenesten ikke ligger hos den som er basisleverandøren av tjenestene. Dette er en melding med lite nytt. Det er lite penger, ja, det er ikke penger – de er i de årlige budsjettproposisjonene. Og det er som det står: «Det er ikkje venta større administrative konsekvensar av forslaga til tiltak i meldinga.» Det er altså i realiteten ganske flatt. Det jeg ønsker å bruke de siste minuttene på, er tre spørsmål: Hvorfor kan ikke statsråden legge til rette for at en bare trenger å melde fra hvis en ønsker å restaurere ei uteløe eller et bygg som er falt ned, for å sette opp et bygg som kan huse folk? Hvorfor kan ikke statsråden legge til rette for at det skal bli mulig å tillate salg av upasteurisert kumelk direkte fra gårdbruker, sånn som det er i Sveits, hvis en varmer opp melka til 70°C? Hvorfor går det ikke an å legge til rette for Inn på tunet med forutsigbare avtaler med det offentlige – ha praktiske skolestuer, eldreopplevelser, sommerferie for barn som trenger samfunnets bevågenhet, åpen soning og bo- og arbeidsfellesskap for flyktninger? Det trengs praktisk politikk. Jeg venter i spenning på statsråden, som legger manuset sitt til side og svarer på det jeg nå har gått inn på.

må derfor utformes slik at hver enkelt bonde får større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunnen. En framtidsrettet og miljøvennlig landbrukspolitikk med gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger er Venstres oppskrift. På bakgrunn av dette deler Venstre regjeringens syn på at det er nødvendig med en tydeligere politikk rettet mot dem som produserer varer og tjenester, utenom tradisjonelt jord- og skogbruk, i landbruket. Forskning viser at det er et markedspotensial og gode muligheter både for videre utvikling av eksisterende landbruksbaserte næringer og for utvikling av nye produkter og tilbud. Men utfordringene og mulighetene for verdiskaping og næringsutvikling er definitivt ulike i ulike deler av landet, og jeg mener det er et viktig perspektiv å ha med seg når vi diskuterer vekst og gründerskap i landbruket. Ja, det er et helt avgjørende perspektiv. Entreprenørskap og nye bedrifter er viktig for endring, innovasjon og omstilling i økonomien og særlig i disse tider, når vi står overfor en grønn omstilling i næringslivet. Markedskompetanse, tilgang på risikovillig kapital, god rådgiving og tilgang til relevant nettverk er viktig for alle som arbeider med bedriftsutvikling. Gründere får ofte god hjelp i starten, men vi må ikke glemme at gründere har behov for støtte og hjelp også i fasen etter selve etableringen. Derfor er Venstre opptatt av å styrke SIVAs program for inkubatorer, som skal hjelpe til med å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter og gi vekst i etablerte virksomheter. Fire av inkubatorene retter seg mot utvikling av vekstbedrifter innenfor landbruksbaserte næringer, og i 2015 var i alt 39 bedrifter knyttet til disse inkubatorene. Dette er viktig. Venstre er derfor glad for at regjeringen har uttrykt at de ønsker å støtte opp under gründer- og vekstbedrifter på landbruksområdet gjennom virkemidler som investerings- og bedriftsutviklingsordningen, utviklingsprogrammet Videre er det viktig at det satses på forskningsbasert innovasjon i landbruksbaserte næringer gjennom ulike nasjonale virkemidler. Jeg ønsker å trekke fram to landbruksbaserte næringer som jeg opplever å ha et stort vekstpotensial, nemlig produksjon av lokal mat og drikke, der det må bli større oppmerksomhet på økologiske produkter, og I dag er etterspørselen etter lokal mat økende, og produksjonen er stigende. Det er tydelig at det ligger et betydelig uutnyttet potensial i tilleggsnæringer relatert til mat og drikke. Målet om at omsetningen av lokal mat og drikke skal økes fra 3,5 mrd. kr til 10 mrd. kr innen 2025, er ambisiøst, men ikke umulig. Hele verdikjeden fra jord til bord må samarbeide for å nå denne ambisjonen. Distribusjon av lokalmatprodukter kan være en flaskehals for lokalmatprodusenter. Samarbeid og partnerskap mellom store og etablerte matprodusenter og små lokalmatprodusenter er viktig i den forbindelse, i tillegg til konsepter som Bondens marked og omsetning via hotell og restaurant. Men det er klart at etablering av en dagligvareportal, som regjeringen er pålagt av Stortinget å opprette, vil være et hensiktsmessig virkemiddel som virkelig kan bidra til å distribusjonen av lokalprodusert mat. Mangfoldet av lokale drikkevarer har økt kraftig de siste årene. Venstre er derfor svært tilfreds med at regjeringen har sendt på høring et forslag om å endre alkoholloven, der det foreslås å åpne for salg av alkoholholdige varer over 4,7 volumprosent direkte fra mindre produsenter. Venstre mener at dette må følges opp med endrede regler i alkoholreklameforskriften, slik at det blir enklere for forbrukeren å få faktabasert informasjon om innholdet i alkoholdige drikker, produktets egenskaper, produksjonsmetoder og ikke minst opprinnelsessted. De tiltakene som regjeringen peker på i stortingsmeldingen, er viktige for utviklingen av et landbruksbasert reiseliv, men jeg mener disse langt fra er tilstrekkelige. Det er derfor desto mer viktig å få på plass tiltak i den strategien regjeringen har varslet på dette feltet.

må være lønnsomt i seg selv. Først da legger vi forholdene til rette for vekst og gründerskap innenfor landbruksbaserte næringer. Stortingets primære oppgave er derfor å sørge for at vi får jordbruksoppgjør som gjør at folk kan leve av å være bønder, og at det føres en politikk fra denne sal som gjør at vi kan ta matjorden i bruk i hele landet. Sekundært blir det viktig å se sammenhengen mellom landbruket og det øvrige som skjer i samfunnet. Den lille eiendommen gir ikke noe godt næringsgrunnlag dersom samfunnet rundt forvitrer og forsvinner til de store byene, og dersom regjeringen skal fortsette å overføre innsatsen fra de små til de store. Dette er elementer som vil slå beina under de små brukene, og en utvikling vi vil komme til å angre på. Bondens grunnleggende eksistens er selve fundamentet som en skal bygge huset – altså denne meldingen – på. Uten bønder blir det ingen bigeskjefter, ingen gründerskap og ingen nye gårdsnæringer. Drømmebonden til statsministeren, som vi så på NRK her om dagen, er vel ikke den som kommer til å drive med bigeskjeftene som er nevnt i denne meldingen. Så mye synes å være klart. Skal vi ha bønder i hele landet, må vi ha gode rammebetingelser for både store og mindre bruk. Når alt det er sagt, må jeg få lov til å gi honnør til alle dem som gjør og har gjort en kjempeinnsats i matvareproduksjonen i Norge, med lokalproduserte håndverksprodukter. Lokale matprodukter er noe befolkningen ønsker mer av. Videreutvikling av denne næringsveien krever en aktiv politikk med målrettede tiltak. Det er viktig at distribusjons- og salgsleddet styrkes, og at en får på plass gode løsninger som sikrer god handelsskikk.

Den oppdrettsnæringen vi har i havbruket i dag, sliter med miljøutfordringer og har brukt mange år på å komme seg såpass som den har gjort til nå – selv om det ennå er et godt stykke igjen før man kan gi den grønt lys med tanke på miljø. Dette er erfaringer vi må ta med oss inn i diskusjonen om innlandsoppdrett og gjøre konkrete vurderinger omkring. Med det vil jeg ta opp SVs forslag, inn i diskusjonen om innlandsoppdrett og gjøre konkrete vurderinger omkring. Med det vil jeg ta opp SVs forslag, nr. 6. «Inn på tunet» har i mange år vært løftet fram som en framtidsrettet satsing. De positive helsemessige ringvirkningene som knytter seg til det å arbeide med og være sammen med dyr og det å arbeide med planter og jord, er det liten strid om. Mange historier har vært fortalt fra arbeidet med rus og psykiatri og

norsk landbruk. Norsk landbruk har lange tradisjonar for å tilby eit stort mangfald av både tenester og produksjon som går utover det tradisjonelle jordbruket. Sjølv om dette starta i basisjordbruket, handlar mange av desse ideane om å realisere det potensialet som ligg i og rundt eigen gard. Det som starta som ei tilleggsnæring, endar for den enkelte som på eins eige bruk. Det er bra når ein lykkast med det, fordi det gjev grunnlag for alminneleg landbruksproduksjon, det gjev grunnlag for mangfald, og det gjev grunnlag for busetnad over heile landet. Difor veit vi ikkje i dag kvar veksten og sysselsetjinga i desse næringane vil kome i åra framover. Iallfall veit ikkje eg det, til dei ideane som folk tør å realisere der ute. Den kreativiteten og det pågangsmotet eg møter blant mange av desse aktørane, er betydeleg. Målsettinga med denne stortingsmeldinga er at bonden skal kunne drive ei næring med basis i ressursane på garden, og at vi skal få desse nyetableringane til å vekse. Då er det ikkje storleiken det kjem an på. Difor er eg glad for at heile Stortinget merkar seg at vi seier at ein liten landbrukseigedom kan vere utgangspunktet for ein like god forretningsidé som hos ein stor. Det er kreativiteten til den enkelte, menneskelege ressursar, skaparlyst og evne som er avgjerande for i kva grad vi lykkast. I meldinga varslar regjeringa at ho vil sjå på ei rekke forenklingar generelt og også ein del regelverksforenklingar. Etablering av lokalmatdatabasen, revidere rettleiar til plan- og bygningslova, endre forskrifter for juletreproduksjon, skilting langs vegen til mange av desse viktige aktørane og andre endringar er eksempel på konkrete oppfølgingspunkt, men det er ikkje avgrensa til det. Eg er veldig glad for at Stortinget deler ambisjonen til regjeringa om å auke lokalmatomsetnaden til 10 mrd. kr innan 2025. Det er realistisk, og det er fullt mogleg å oppnå. Grunnen til at eg trur at det er mogleg å oppnå, er at når eg reiser landet rundt, møter eg stadig fleire av desse aktørane som går eigne vegar, som driv produksjon vi ikkje trudde var mogleg, som finn ein nisje, som finn betalingsvillige forbrukarar. Frå 2014 til 2015 auka omsetnaden av lokalmat i daglegvarehandelen med Det seier også noko om moglegheitene som ligg i tida framover. Når det vert etterlyst konkrete verkemiddel frå regjeringa i denne meldinga, meiner eg vi kan vise til det vi har gjort t.d. gjennom den jordbruksavtala vi har inngått. Ein bidreg med nærare 100 mill. kr til Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Det handlar om å treffe desse næringane – målretta satsing for å klare det. Til sist meiner eg at den diskusjonen som handlar om lønsemd i jordbruket og meiner eg at den diskusjonen som handlar om lønsemd i jordbruket og kvar denne aktiviteten startar og sluttar, er relevant. Men desse bedriftene tener pengar. Dei som lykkast med dette, tener pengar. Dei treffer marknaden. Det er overskrifta på stortingsmeldinga, og det meiner eg Stortinget faktisk også bør løfte fram: garden som ressurs – marknaden som mål. mål. Det at marknaden er målet, gjer at dei produsentane som utviklar anten lokal mat og drikke, bioenergi eller andre tiltak, er marknadsretta i heile tenkinga si, og dei klarar å lykkast med det, og det gjer at dei tener pengar. Då må vi iallfall ikkje i iveren vår etter faktisk å få fleire til å satse på dette gjere det til ein hovuddiskusjon om for dårleg lønsemd. Det er ikkje tilfellet for mange av desse produsentane. Tvert imot tener dei pengar fordi dei har gode idear, gode gjennomføringsevner og stor handlekraft. Dei treffer marknaden, dei treffer forbrukarane i den etterspurnaden dei har dagleg, og det gjer at dei får utvikla gardsressursen sin til beste for seg sjølve, men også til beste for landet. Det blir replikkordskifte. Det gleder meg at statsråden erklærer at det ikke er i så måte også veldig tydelig på det i det sitatet jeg tok opp i mitt innlegg – og som vel flere av talerne har berørt, særlig representanten Lundteigen – om lønnsomhet, og særlig det som står i meldinga fra regjeringa: «Politikken skal difor leggje til rette for vekst og utvikling uavhengig av storleiken på gardsbruket.» Jeg mener at det er en god formulering, man er nødt til å sikre lønnsomheten. Skal vi ha bedrifter og bønder som når markedet – som statsråden ønsker seg – er det viktig at vi har basis, slik at det er noe å satse fra. I dette mener flere av oss at det da er viktig at særlig de små, som i dag er viktige og innovative aktører for å nå et marked med sine produkter, faktisk overlever. Så mitt spørsmål er: Innebærer uttalelsen om «uavhengig av storleiken på gardsbruket» et linjeskift i hvordan støtteordningene innrettes? Eg registrerer at Arbeiderpartiet igjen prøver å gjere dette til eit spørsmål om at regjeringa stort sett stimulerer dei største aktørane. Det er ikkje rett. rett. Når Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV i merknadene sine skriv at for «å fø en fortsatt voksende befolkning i verden må jordbruksproduksjonen økes kontinuerlig», må ein ta inn over seg konsekvensen av det. Viss ein skal produsere meir mat, må nødvendigvis nokre verte større, og det har regjeringa stimulert til, for det er nødvendig viss vi skal auke matproduksjonen – som Arbeidarpartiet seier at dei er opptekne av. Men det denne stortingsmeldinga handlar om, er det mangfaldet som er blant aktørane der ute, som ikkje nødvendigvis vel å gå volumproduksjonsvegen, men som vel den andre vegen i jordbruket, nemleg å sjå på korleis ein i størst mogleg grad kan utnytte sine eigne ressursar. Det mangfaldet meiner eg at det er rom for, det meiner regjeringa at det er rom for. Det kan stimulerast på mange vis, men det startar og sluttar med den gode ideen til den enkelte utøvaren. Jeg skal komme tilbake til hva jeg syns om dette, i et tilleggsinnlegg. Først og fremst skal man produsere mer mat, da er man nødt til å øke volumet, men vi er Først og fremst skal man produsere mer mat, da er man nødt til å øke volumet, men vi er også helt avhengig av å utnytte alt areal, og der er vi nok – etter Arbeiderpartiets oppfatning – avhengig av noen andre typer driftsstørrelse enn det statsråden ofte snakker om. Men i merknadene ser vi at bl.a. når det gjelder Inn på tunet-aktivitet, som er særdeles viktig, oppfatter et flertall i stortingssalen regjeringa å være for defensiv – og også når det gjelder spørsmålet om

tiltak knyttet til å løfte opp særlig bioøkonomisk strategi for bondenæringa? Ja, når regjeringa har varsla ein bioøkonomistrategi og ei jordbruksmelding, kjem vi til å ta for oss breidda i det. Så skal eg gjere den jobben før eg melder det til Stortinget. Men det er openbert at det er potensial i denne næringa, og det er det vi peiker på i denne meldinga. Då eg reiste til Vestfold i førre veke, møtte eg m.a. gardbrukarar på ein gard med Det er ikkje ein normal mengdeproduksjon i det, men dei klarar å få eit årsverk gjennom Inn på tunet-ordninga. Det eg er livredd for, er å dra opp nokre linjer som gjer at vi snevrar inn det mangfaldet som utviklar seg der ute, i dei gode ideane blant næringsaktørar som tør å tenkje annleis. Det vi må sørgje for, er at politikken treffer alle, treffer breidda og ikkje vert innsnevra slik at ein brukar alle ressursane på den enkle vegen som politikarane heile tida meiner er kortast å gå.

vi snakker om tilleggsnæringer, vi snakker om rammebetingelser som skal tilrettelegge for at en skal ha et marked som gir mulighet for å få en inntekt av det arbeid og den kapital en setter inn. Mitt spørsmål er knyttet til en merknad fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, hvor en åpner «for salg av alkoholholdige varer over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen, direkte fra mindre produsenter». Dette er sendt på høring. høring. Jeg lurer på: Hva er regjeringas definisjon av en produsent i denne sammenhengen? Det vil Stortinget få svar på når vi kjem igjen etter å ha gjennomgått høyringsuttalene og legg fram eit forslag for Stortinget. Min ambisjon er at det skal vere fundert på dei ressursane som finst ute blant dei som produserer denne maten. Det er primærprodusentar. Samtidig kan vi ikkje avgrense det slik at om ein må hente éin innsatsfaktor på utsida av så øydelegg det heile fundamentet for det som er hovudbasisen, nemleg eigenproduksjonen. For siderprodusentane i Hardanger, som overlever på å produsere eple på 23 mål, er nettopp dette ei viktig næring som regjeringa ønskjer å stimulere til, og som stortingsfleirtalet har sagt at dei vil støtte opp om. Det er eit av fleire grep for å sørgje for at vi kan ha folk buande i heile landet, og drive med mat- og drikkeproduksjon basert på lokale ressursar.

For det som er sendt ut, er at en kan blande sprit og saft, da blir en produsent. Jeg håper ikke at det er det regjeringspartiene har støtte fra Venstre for å legge til rette for, for det er noe helt annet enn det som de gir inntrykk av. Hva er innholdet i produsentbegrepet fra regjeringa, sånn som det står nå i høringsdokumentet – kan statsråden presentere det?

frukter rundt om på norske gardsbruk, får moglegheita til å omsetje også den delen av produksjonen sin som har høgare alkoholprosent enn 4,7, og ikkje berre det som er under. Dette kan se ut som en liten, beskjeden sak, men det er noe langt mer. Det er noe langt mer, for når regjeringa legger opp til at hver enkelt her kan selge et kvantum på inntil 20 000 liter, et kvantum på inntil 20 000 liter, som er på nivå med de minste vinmonopolutsalg vi har i Norge, og definisjonen av produsent er helt uklar, er det vesentlig å ta fatt i det. Men det jeg vil følge opp med, er symbolikken i dette. Fra regjeringas side er det avgjørende viktig å selge alkohol fra gårdene, men å selge melk, selge kumelk, selge upasteurisert kumelk, sånn som de gjør hvorfor har ikke statsråden tanke for det? At en skal selge det som er det flotteste og mest næringsrike produktet, og som mange allergikere trenger, nemlig upasteurisert melk – hva vil statsråden gjøre med det? Kommer det snart på høring? Representanten Lundteigen argumenterer altså mot eit forslag vi enno ikkje har sendt til Stortinget. Eg lovar her og at det forslaget vi sender, kjem til å vere basert på at vi skal utnytte gardsressursen for å sørgje for at vi har landbruksproduksjon, m.a. av frukt, i heile landet. Det er intensjonen i forslaget, og det kjem forslaget til å varetake. Samtidig er det sånn at eg ikkje utelèt nye forslag om korleis vi skal utnytte gardsressursane, men det er påfallande at i korleis vi skal utvikle nye produksjonar der ute. Når ein er for matproduksjon, for lokal vidareforedling så lenge det er under 4,7 pst. alkohol i det, er det forferdeleg merkeleg for meg at med det same det er 4,8 pst., er det vanskeleg for Senterpartiet å akseptere det. Jeg kan forsikre statsråden om at når Senterpartiet er skeptisk til

område som statsråden bør ha større respekt for, for dette er et virkemiddel som i sin konsekvens, sånn som det er framlagt for høring, vil sprenge noe av det som er det flotte med vinmonopolsystemet. Det er veldig interessant at her har statsråden engasjement, men når det gjelder de tusener av gårdsbruk som produserer melk, er det ingen initiativ. Det er ganske betegnende for denne regjeringas prioriteringer.

for alle aktørar. Eg skjøner ikkje logikken. Det hadde vore konsekvent viss Senterpartiet var imot alt, men det er dei jo ikkje. Det er dei ikkje, og det er det som forundrar meg med den linja som Senterpartiet vel, det er inga klar haldning, ikkje noko klart linjeval i kvar grensene går, og difor meiner eg argumentasjonen vert dels

Næringspolitikken rundt landbruksgründeren bør vere tilpassa dei med ambisjonar om vekst og dei som først og fremst ønskjer heiltids sysselsetjing, då med utgangspunkt i dei ressursane landbrukseigedomen har totalt. Ein samla komité er difor einig i regjeringas formulering i meldinga: «Menneskelege ressursar og skaparlyst er avgjerande. Ein liten eigedom kan vere utgangspunktet for ein like god forretningsidé som ein større eigedom. Politikken skal difor leggje til rette for vekst og utvikling uavhengig av storleiken på gardsbruket.» Landbruket sitt omdøme som ei attraktiv næring og yrkesveg er avgjerande for rekrutteringa til landbruket. Det er difor viktig at heile spekteret av landbruket sine ressursar og moglegheiter for å kunne skape seg ein attraktiv arbeidsplass blir synleggjort både av forvaltninga og næringa er betydelege. Det er eit stort vekstpotensial innanfor mat og drikke, og omgrepet «kortreist mat» er her sentralt, også innanfor landbruks- og utmarksbasert reiseliv i ei tid der ein ønskjer opplevingar framfor passivitet. Garden kan vere arena for velferdstenester og landbruket energileverandør innanfor bioprodukt, der verkemiddelapparat og forvaltning må spele på lag med dei initiativrike og dyktige gardbrukarane som ser muligheter til alle». Dette er prosessar som òg er relevante for landbruksområdet. Denne regjeringa har òg lagt til rette for ei god og lønsam drift samstundes som dei legg til rette for vidareutvikling for næringa gjennom framfor den raud-grøne løysinga med detaljregulering frå vogge til grav. Prioritering gjennom støtte til fulltidsbonden og deregulering av kvotar og marknadsstyring, oppheving av konsesjonslov og prisregulering på landbrukseigedomar bidreg til ein bonde som i større grad kan fokusere på gardens moglegheiter framfor ein studie i reguleringar, forbod, påbod og utallege støtteordningar Eg er heilt einig i Lundteigens innlegg der han er inne på at innanfor sitt handlingsrom gjer bonden det han kan. Men då er det viktig at handlingsrommet blir så stort at han får utnytte det på sin måte innanfor dei rammene som ligg i det gardsbruket han har.

dette reguleringstyranniet – hvilket jeg syns er en dårlig beskrivelse – i så måte blir værende, først og fremst for å sikre at vi får produksjon over hele landet, og at man får bosetting knyttet til denne produksjonen. Det tror jeg er en veldig klok regulering. Det var ikke derfor jeg tok ordet, det var først og fremst for å snakke om en hjertesak. Vi har sett hvordan en god del bønder gjør en fantastisk jobb knyttet til velferdstjenester, særlig i Inn på tunet-prosjektene – også herværende bønder i denne sal. Jeg tenker først og fremst på de tiltakene som er rettet inn mot barn, mot pleietrengende eldre og ikke minst mot soning, hvor jeg virkelig mener at vi har sett kombinasjonen av det å kunne la folk mestre lære å stå opp om morgenen, samtidig som man ser resultater av det man driver med. Derfor mener jeg at Inn på tunet-ordningen er særdeles god, og det er en vinn-vinn-situasjon for oss alle. Det er to forslag fra et mindretall knyttet til Inn på tunet. Det ene relaterer seg til at man ønsker en noe mer offensiv holdning fra regjeringas side når det gjelder å lage en handlingsplan om hvordan vi utvikler Inn på tunet-konseptet enda mer enn vi har gjort i dag. Jeg beklager at det ikke får flertall. Så er det også et forslag – forslag nr. 1 fra det samme mindretallet – som går på hvordan denne ordninga kan relateres til de store integreringsutfordringene vi har med flyktningene som kommer til Norge. Når disse forslagene lider nederlag i salen i dag, håper jeg ikke at det innebærer at statsråden og regjeringa ikke ikke tenker i den retning. Jeg tror heller ikke at årsaken til at Høyre og Fremskrittspartiet ikke er med på disse forslagene, er det. Men jeg vil sterkt understreke og egentlig tale veldig varmt for at f.eks. når det gjelder spørsmålet om integrering av flyktninger, skulle Inn på tunet-ordninga og aktiviteter knyttet til norsk matproduksjon være vel så relevant. Jeg vil bare, så sterkt jeg kan, oppfordre statsråden til å se på om det er grep som kan gjøres. I denne situasjonen, når vi får så mange flyktninger til Norge, opplever vi at regjeringa nettopp sier at nå må alle bidra, nå må vi tenke over sektorer. Her har vi en god utfordring i så måte. I likhet med representanten Lundteigen kommer jeg fra et område der produksjon og

på et produkt med 4,7 pst. alkohol og et produkt med 4,8 pst., eller 10 pst., for den saks skyld. I Norge produseres det i dag øl med rundt 20 pst. alkohol – ikke veldig utbredt, men det gjøres, og det er enormt mye smak i dette ølet. Det er også det som er meningen med dette. Det er å få til et helkonsept for disse som driver med mat- og drikkeproduksjon – et helt konsept av mat og drikke og de smaksopplevelsene som dette gir. Smaksturisme er faktisk en av de voksende næringene i landbruket i dag, og da må vi også legge til rette for det. Selvfølgelig skal det være noen regler for hvordan dette skal være, og det er det vi ønsker å få svar på bl.a. gjennom den høringen som regjeringen har sendt ut. Da kan vi få en del innspill, en del ideer om hvordan dette kan reguleres eller dereguleres, som er det aller viktigste for både regjeringen og Høyre og Fremskrittspartiet. Når vi får høringen, og når saken kommer på stortingsrepresentantenes bord, tror jeg vi skal klare å få til en ordning som gjør at vi får utviklet dette konseptet, i likhet med en del andre konsepter som er nevnt i den meldingen vi nå behandler. Så vil jeg til slutt bare kommentere så vidt at for å få til gründerskap, innovasjon og nye næringer i landbruket er ideer, evne og skaperlyst utrolig viktig, som det er blitt sagt her. Samtidig må det være åpenhet for nye ideer og nye tiltak. Det må være en både hos Fylkesmannen og i kommunene – hos dem som styrer med regelverket. Det må være en ja-holdning som ikke legger hindringer i veien for at en skal få etablert seg, slik det har vært en tendens til – når produsenter sier at hadde de visst hvor vanskelig det var, ville de aldri i verden ha startet opp med dette. Derfor må vi prøve å gjøre det som også Lundteigen har vært inne på: se på regelendringer, gjøre det enklere, ha en ja-holdning og være positive til at den norske bonden kan få lov til å utvikle seg. Vi må ikke være skeptiske og legge hindringer i veien, og – ikke minst – vi må ikke la janteloven styre hva norske bønder skal gjøre. I denne debatten har også ordet bioøkonomi kommet opp. Det er

enten det er til vanns eller til lands, enten det er torsk, timotei eller gran. Når alle snakker om å gjøre noe for bioøkonomien, snakker en altså om å gjøre noe med økonomien for de menneskene som utdanner seg og arbeider med torsk, timotei og gran. Det er for meg innholdet i det begrepet. Det jeg ba om ordet for, er at fra statsrådens side er sagt at det ikke er ventet «større administrative konsekvensar av forslaga til tiltak i meldinga». Det er jo altfor lite offensivt. Vi har rundt i Norge gamle hus på gode tomter, utløer på Vestlandet, mer eller mindre nedfalne, som med fordel kan settes i stand for å huse folk. Da må det legges til rette for at de som har sånne tufter, sånne hus, kan gjøre det uten en svær saksbehandlingsprosess. En kan gå inn og melde det, og så er det greit: ett tiltak. Så til upasteurisert kumelk: En skal ikke reise mye i Sveits for å oppleve at det selges i hvert gatekryss. Det står samtidig en plakat om at man må varme den opp til 70 grader, men det er noe folk setter pris på, og kvaliteten i Norge, med tanke på listeriabakterier og andre bakterier, er på høyde med det som er i sveitsisk jordbruk. Dette kunne det med fordel gjøres noe med. Det er et stort marked, et kjøpekraftig marked på det området. Til slutt til det representanten Storberget, tidligere justisminister, var inne på, og som jeg bare kan fullrose, nemlig oppmerksomheten mot «Inn på tunet» med tanke på åpen soning, flyktninger og det hele. Det som der er problemet, er at for de menneskene som ønsker å arbeide med dette, er det tilnærmet umulig å få til langsiktige kontrakter med det offentlige. Jeg synes statsråden bør kunne svare på noen av disse tre utfordringene som er om en ikke vil endre rammebetingelsene sånn at det skal være mulig å utvikle sin gård overfor det markedet, for det er enormt stort, og det er mange som er glad i det vi her snakker om. Bare en kort merknad: Jeg er glad for at bioøkonomi også ble dratt inn i denne debatten, som representanten glad for at bioøkonomi også ble dratt inn i denne debatten, som representanten Lundteigen nå sa. Så hørte jeg Lundteigens definisjon av bioøkonomi: gran, timotei og torsk. Jeg er ikke uenig når det gjelder noen av de tre områdene, men jeg vil også oppmerksomheten på vår tidligere representant Johan C. Løkens 50 teser og definisjoner av dette, for jeg tror at med tre er representanten Lundteigen vel smal, fordi dette er et så stort og viktig område som vil ha så stor betydning. For meg handler dette om å være den gode forvalter, et syn jeg vet jeg deler med representanten Lundteigen. Det handler om å ta i bruk de ressursene som landet vårt har gitt oss, på en god, bærekraftig måte, inn i bioøkonomien. Da er landbruket, da er jordbruket, da er skogen – og hav og blå sektor – avgjørende viktig. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og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

vi har insekter som kan pollinere og som gjør at vi har utvikling og vekst i landbruket. Komiteen ser også alvorlig på at en del insekter, spesielt bier, har blitt borte. Dette gjør at det store mangfoldet i naturen kan bli utfordret.

Det som er viktig her, er at det er tilbakegang i antall insekter, og at insekter er viktig for pollineringen. Ja, bier er et av disse insektene – det er vi helt enige om – men det er også andre insekter som er minst like viktige som biene for pollinering opp imot spesielle arter. Derfor er spørsmålet: Hvor mye ressurser skal en da bruke på én art, istedenfor å se helheten i å bevare hele naturmangfoldet? Fremskrittspartiet mener at dette er minst like viktig som å bruke store ressurser for å peke på én ting. Viktigheten av denne ene tingen er stor – det er ingen uenig i – men viktigheten av å se på helheten, mener Fremskrittspartiet og Høyre, er større. Derfor hadde vi håpet at vi kunne være enige om det, at vi istedenfor å være spisset på én bestemt art, ser hele naturmangfoldet under ett for å få en strategi og en strategi og en handlingsplan som kanskje er mer omgripende enn bare den spissingen jeg er redd vi vedtar nå. For all del, ingen er uenig i viktigheten av det, men vi er kanskje uenige om hvordan vi skal bruke ressursene. Uansett hvordan vedtaket blir her i dag, vet jeg at det kommer til å bli tatt på alvor i regjeringen, og at regjeringen kommer til å jobbe fram en sånn strategi. Jeg håper Uansett hvordan vedtaket blir her i dag, vet jeg at det kommer til å bli tatt på alvor i regjeringen, og at regjeringen kommer til å jobbe fram en sånn strategi. Jeg håper regjeringen tar det med seg og kanskje bruker litt mer tid på å se mye videre på det, og at det til slutt kommer fram en bred strategi, over flere departementsområder, slik at vi får en handlingsplan som er mye mer framtidsrettet og som da tar for seg et større område enn bare denne spesielle saken.
høres ut på saksordføreren – jeg takker ham for jobben han har gjort – som at vi i stor grad er enige om utfordringen på dette området, som egentlig gjelder flere arter enn én. Forslaget til vedtak som ser ut til å få flertall i dag, omfatter faktisk flere arter. Når Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti

ber om en nasjonal strategi inn mot de utfordringene vi nå står overfor når det gjelder pollinerende insekter. I likhet med saksordføreren mener jeg det er en stor utfordring vi står overfor, en stor utfordring knyttet til mange forhold, både til import av dyr, men også til spørsmål om klimamessige utfordringer og endringer som vil måtte komme og som gjør at dette, etter mitt skjønn, er helt avgjørende å satse på. på. Det undrer meg litt, at man fra regjeringspartiene mener at dette er så viktig, slik som representanten Ørsal Johansen nå påpekte, men man er ikke villig til å ta skrittet og si at da må vi sette i verk tiltak, her er vi er nødt til å gjøre en jobb. Jeg er glad for at et flertall, dog uten regjeringspartiene, mener at her bør man lage en slik nasjonal strategi. Jeg syns det er stor grunn til å takke forslagsstillerne. Jeg mener dette mener dette er forhold som ofte kan gå under den politiske radaren, også medieradaren, sjøl om jeg har lagt merke til at det er økende oppmerksomhet rundt dette, og det bør det fortsatt være. Så vil jeg også ile til og si at det er ikke et faktum som nødvendigvis er gitt i denne saken, og det er en omstridt diskusjon rundt hva slags utvikling vi har, i hvert fall rundt noen arter. Det gjør at det fra Arbeiderpartiets side er enda mer påtvunget å gå inn i dette i større grad enn hva man har gjort så langt, nettopp for å kunne kartlegge faktum. Vi mener at kunnskapen om dette er for svak, og at kunnskapsinnhenting i en slik nasjonal strategi er helt nødvendig. Vi mener også det er nødvendig bl.a. å se på bruken av kjemiske plantevernmidler opp imot denne problemstillingen. Og vi er redd for

politikken og virkemidlene man vedtar, blir for svake for å kunne gjøre noe med en slik utfordring. Det er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet ønsker å støtte forslagsstillerne og er med på å danne flertall for å lage en slik strategi som forslag til vedtak I beskriver. Tilbakegangen av pollinerende insekter synes å være en global trend og en utfordring i store deler av verden. Landbruksnæringen er på å danne flertall for å lage en slik strategi som forslag til vedtak I beskriver. Tilbakegangen av pollinerende insekter synes å være en global trend og en utfordring i store deler av verden. Landbruksnæringen er helt avhengig av pollinerende insekter, og jeg deler forslagsstillerens bekymring for tilbakegangen og for de konsekvensene dette på sikt kan få for norsk landbruk og norsk natur. Jeg er glad for at regjeringen tar denne utfordringen på alvor

Introduksjon av fremmede arter som vil kunne ha negativ effekt på villbier, er primært Klima- og miljødepartementets ansvar. Det samme er meldingen til Stortinget om en handlingsplan for naturmangfold som er under utarbeidelse. Mange tiltak er sektorovergripende, og samarbeid på tvers av sektorer er viktig i dette arbeidet. Samtidig som det jobbes med utfordringene i flere departementer,

Det arbeides med å nå disse målene bl.a. gjennom regelverk og oppfølging av handlingsplanen på plantevernmiddelområdet. Bønder og andre yrkesutøvere må vurdere om man kan bruke andre metoder enn kjemiske plantevernmidler for å hindre skadegjørere. Arbeidet med å bevare villbier og andre pollinerende insekter er gjenstand for stor oppmerksomhet i flere departement, og det er iverksatt en rekke tiltak på dette området. Arbeidet med handlingsplanen for naturmangfold vil bli lagt fram for Stortinget, og i denne planen vil bevaring av truede arter være et sentralt tema. Vår konklusjon i denne saken er at vi vier spørsmålet stor oppmerksomhet, har tiltak på flere områder og et pågående arbeid med planer for hvordan vi skal ivareta dette viktige området i framtida. Det Stortinget i dag gjør, er

Jo mer jeg leser og jobber med dette, jo mer skjønner jeg at dette er et finmasket samspill, for det er noen nyttevekster som er helt avhengig av visse arter villbier for å formere seg. Én til én er jo et godt prinsipp i mange former. Vi vet også at endrede driftsformer i landbruket er mye av årsaken til nedgangen i pollineringen. Det har ikke vært hensikten, men det har skjedd, og det må vi ta fatt i. Derfor har Kristelig Folkeparti bedt om at vi får en systematisk gjennomgang mens vi har muligheten, og at vi klarer å lage en nasjonal og systematisk dugnad basert på en nasjonal strategi som er kunnskapsbasert og bred. bred. Insektene er avhengig av landbruket like mye som landbruket er avhengig av insektene. Det er en grunn til at Statens vegvesen nå har valgt å gå bort fra å bruke sprøytemidler i veikantene og over til å slå. Det er ikke bare fordi det er like effektivt og trafikksikkert, men man har også fått høyere på dagsordenen hvilken stor ressurs som er langs veikantene for våre pollinerende innsekter. Vi trenger derfor en dugnad som består av oss enkeltpersoner – gjennom våre summende hager

fokus enn det som forslagsstillerne og komiteen nå går inn for – hvis jeg forsto saksordføreren riktig. At det ikke er uenighet om viktigheten av dette, som saksordføreren sier, er bra, men vi leser i innstillingens merknader fra Høyre og Fremskrittspartiet at det er ressursene dette står på. Det

nasjonal strategi, slik at vi klarer å ivareta villbiene og alle andre pollinerende insekter, slik at de kan gjøre den viktige jobben som vi trenger for framtiden. Jeg stusser også litt over at Senterpartiet i innstillingen ikke er villig til å vise noen kort for hva en slik nasjonal strategi skal inneholde. De vil vurdere alt når det kommer på bordet fra regjeringen. Det er spennende tanker fra et opposisjonsparti, kanskje litt oppsiktsvekkende, men la det nå være med det. Jeg er glad for de gode ordene som bl.a. representanten Storberget sa om dette. Ja, det kan virke smått å snakke om villbier og andre pollinerende insekter, men du verden hvor viktig det er for framtiden. Det er kanskje i de små tingene at de virkelig store endringene ligger, og tar vi ikke vare på dem, har vi tapt dem – det har vi ikke råd til.
så

I Norge er det registrert 208 biearter, men en tredjedel av disse er oppført som truet i rødlista, ifølge Artsdatabanken, og i tillegg er tolv av artene ikke observert de siste årene. Venstre mener dette er en svært uheldig utvikling. Det er usikkert hva de bakenforliggende årsakene til denne utviklingen er, men det er bred enighet blant forskere om at en reduksjon i verdens biebestand vil få alvorlige konsekvenser for livet på jorda. Opp mot 30 pst. av maten vi spiser, er avhengig av å bli pollinert av humler og andre villbier, og 84 pst. av Europas avlinger er på en eller annen måte avhengig av insektpollinering. Tilbakegangen av pollinerende insekter er en utfordring som må tas på største alvor. Jeg mener derfor at det er behov for en nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av alle pollinerende insekter, dvs. alt fra bier, humler og sommerfugler til pollinerende fluer. Det har blitt gjennomført mange positive og suksessfulle tiltak rundt om i landet for å stanse svekkelsen av men jeg opplever likevel at det er behov for en overordnet, nasjonal og tverrsektoriell strategi. Et viktig tiltak i den forbindelse er avsetning av en tilstrekkelig andel dyrket eller dyrkbart areal som forvaltes slik at det fremmer naturlige blomsterenger. I tillegg er det viktig at bruken av sprøytemidler fortsatt begrenses, slik det er redegjort for også tidligere i debatten her, og at kommunale grøntområder i tillegg til å ha krav om areal får krav om å ha en bestemt andel vekster som er viktige for pollinerende insekter. Samtidig må vi ikke undervurdere hva folk kan gjøre i hagene sine for å bevare bestanden av pollinerende insekter. Små grep som f.eks. å plante bievennlige planter i hagen, sette ut biehoteller eller og sette av en flekk av hagen til en blomstereng kan også ha vesentlig betydning for bestandene. Av den grunn er det behov for at det utarbeides en informasjonsplan for hvordan vi alle kan tilrettelegge for pollinerende insekter i hagen og på andre private eiendommer. Fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter er en viktig sak også for Venstre, og jeg er derfor glad for at dette forslaget får flertall, slik som det presenteres i dag. Jeg er enig med representanten Hjemdal i at Stortinget med denne saken roper et varsku her i dag, og jeg ser fram til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en strategi.

Målet med denne kampanjen var å styrke det private initiativet og ivareta forholdene for pollinerende insekter i hagene rundt omkring. Det ble nærmest en folkebevegelse i hagemiljøene. Mange private, viktige initiativ er tatt – og blir fortsatt tatt. Den sittende regjeringen har videreført og løftet «Summende hager»-initiativet fram som fortsatt viktig. Dessverre er det sånn at årene siden 2013 ikke har forbedret situasjonen for de pollinerende insektene i det hele tatt. Sist høst la Artsdatabanken fram sin oversikt over rødlisteartene for 2015. Her finner vi at 32 pst. av Norges broddvepsarter, som alle våre humle- og biearter tilhører, er rødlistet. Den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN roper særlig varsko for humlen. Norge har et spesielt ansvar for denne arten, i og med at 15 pst. av alle verdens humlearter befinner seg i Norge. Dette gjør at utfordringene for våre pollinerende insekter nå er et mye større problem enn det hageeiere og privatpersoner alene kan være i stand til å hanskes med, og det Landbruk og urbanisering fjerner mange av våre naturlige biotoper. Ville vekster blir borte, og i enkelte områder er det langt mellom hvert område av uberørte enger der insektene kan leve i en naturlig biotop, uten inngripen. Bier og humler er fascinerende insekter, med enorm nytteverdi for menneskeheten. Det er sagt at dersom alle bie- og humleartene forsvant, ville det ta fire år før menneskeheten ikke lenger kunne eksistere. I Norge pollineres vår frukt- og bærproduksjon i hovedsak av ville pollinerende insekter. Disse insektene kan være svært spesialisert. Det er, som sagt tidligere i dag, noen insekter som bare pollinerer noen vekster, og noen vekster som trenger Det bringer meg over til et foredrag om biomangfold, som mange av oss for noen uker siden overvar her på Stortinget. Her ble det bl.a. snakket om viktigheten av å ta vare på de ville plantene som har dannet grunnlaget for våre matplanter. Men hva er vel hensikten med å ta vare på alle disse ville frøartene hvis insektene som skal pollinere dem, er dødd ut? Uten insekter får vi altså ingen mat. Så enkelt er det. Sammenhengene i naturen for våre pollinerende insekter er

Siden 1960 har det vært kjent at parklind dreper tusenvis av humler hvert eneste år. Til tross for at vi har visst om dette problemet i mer enn 50 år, har dette treet vært populært i bruk, og det brukes fortsatt i arealplanleggingen. Det er også kjent at våre ville biearter kan fortrenges fra et område når nye arter kommer til. til. I hvilken grad har en gjort sånne vurderinger når en iverksetter lokale bybietiltak – når en har som formål å oppnå det motsatte? Nei, det vet jeg ikke. De ulike eksemplene jeg har tatt fram, viser at våre pollinerende insekter har behov for at vi tar litt mer styring over de utfordringene og de ulike forholdene som kan påvirke deres Jobben for å forbedre forholdene for insektene handler om å samordne innsatsen i alle planleggingsprosesser og forskningsmiljøer. Det handler om å iverksette direkte aktive tiltak og kanskje oppdatere lov og regelverk der det er nødvendig. I tillegg handler det kanskje også om å gjøre en skikkelig vurdering av om vår matproduksjon er bærekraftig. Kan vi fortsette å drifte landbruket på samme måte som i dag, når vi vet at sprøytemidlene vi bruker, på sikt kan utrydde hele vårt fundament for matproduksjon? Økologisk landbruk må vi satse sterkere på. Vi i Norge kan være med på å gjøre en viktig innsats for bier, humler og andre pollinerende insekter og dermed sikre vår egen matproduksjon. Å vedta en nasjonal strategi for dette arbeidet er dermed et viktig steg i riktig retning. Eg deler komiteen si vurdering av at reduksjonen i bestandar av villbier og andre pollinerande insekt er

For meg har det vore viktig å leggje til rette for tiltak som på sikt vil gje positiv effekt. Eit ope landskap rikt på artar er viktig i arbeidet med bevaring av villbier og andre pollinerande insekt. Alminneleg jordbruksdrift bidreg til å halde ope kulturlandskapet ved beiting, dyrking og slått. For å bevare eit ope og levande jordbrukslandskap er det viktig framleis å stimulere til jordbruksdrift i heile landet. Ei rekkje verkemiddel i jordbrukspolitikken medverkar til det på ulike måtar. For landbruket i Noreg er også birøktnæringa viktig. Ved sida av honningproduksjon har denne næringa stor betydning for pollinering av frukt, bær og oljevekstar, i tillegg til pollinering av ville plantar i norsk natur. Det har vore utrekna at verdien av sjølve pollineringsarbeidet til dei tamme biene ligg på om lag 150 mill. kr i året Komiteen peiker i si innstilling på kor viktig det er å redusere bruken av kjemiske plantevernmiddel. Regjeringa har utarbeidd ein handlingsplan som har som mål å redusere risiko knytt til plantevernmiddel, både for forbrukarane og for miljøet. Det vert arbeidd systematisk for å nå måla i handlingsplanen. Dette er eit viktig arbeid også for mangfaldet av artar og bevaring av dei pollinerande artane. Då kan ein t.d. sjå til det som ein gjorde i juni i fjor,

Dette er ein av grunnane til at regjeringa har bestemt at det skal lagast ein nasjonal strategi for bevaring av mangfaldet i naturen, på tvers av sektorane. Denne strategien vil innehalde overordna, målbare mål for ulike sektorar og område. Bevaring av villbier og andre pollinerande insekt vil inngå som ein del av denne strategien. Vi veit at enkelte naturtypar, eit ope landskap og bevaring av kulturlandskapet er viktig i arbeidet for bevaring av villbiene. Det er eit godt samarbeid mellom miljø- og landbruksstyresmaktene om det. det. Bevaring av villbier og andre pollinerande insekt er òg avhengig av samarbeid med andre sektorar. Samferdselssektoren har vore nemnt som ein av fleire viktige her. Men usemja handlar ikkje om dette. Det handlar om i kva grad ein skal lage ein eigen handlingsplan. Mi vurdering overfor komiteen har vore at viktigare enn all verdas handlingsplanar som eg kan utarbeide, er effektive grep for å møte utfordringane. Eg hadde sett pris på å få bruke ressursane på det framfor stadig nye handlingsplanar. Difor er eg glad for at regjeringspartia i utgangspunktet viser til det primærstandpunktet ein har i dag, men eg vil naturlegvis følgje opp Stortingets vedtak dersom det er slik at komitéinnstillinga får fleirtal i dag, som det også Det blir replikkordskifte. Takk til statsråden for et godt innlegg. Jeg synes det er unødvendig å sette et skille mellom å kunne ta effektive grep og å ha en handlingsplan – det er også mulig å ta effektive grep via en handlingsplan. Men la det ligge. Statsråden sier at han gjennom den vanlige landbrukspolitikken fokuserer på villbier og andre Da er mitt spørsmål: I dag har vi 22 utvalgte kulturlandskapsområder. I en av merknadene, som ikke har flertall, men som også står i representantforslaget fra Kristelig Folkeparti, ønsker vi å utvide dette til 100 områder. Er det en sak som statsråden kan tenke seg å ta med når han legger villbier og pollinerende insekter inn i vanlig

konkrete tiltak, seier eg ikkje at det er umogleg å gjere begge delar, men når ein skal lage stadig nye strategiar, stadig nye handlingsplanar, risikerer ein å bruke tid på det framfor å leite etter dei spesifikke tiltaka som faktisk fungerer best. Eg meiner at det grepet vi gjorde i t.d. lovverket for plantevernmiddel i fjor, er eit døme på at ein kan gjere mange ting utan at det nødvendigvis er nedfelt i ein eigen handlingsplan. Dette heng saman med jordbrukspolitikken på dei områda eg rår over, og så må ein også jobbe på tvers. Jeg er glad for at statsråden sier at det ikke er umulig både å ta effektive grep og å utarbeide en handlingsplan, for stortingsflertallet kommer i dag, gjennom en votering om ikke så lenge, til nettopp å be om en nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre Så jeg er glad for at det er en statsråd som hele tiden, så lenge han har sittet i statsrådsstolen, har opptrådt lojalt overfor stortingsflertallet. Det setter stortingsflertallet pris på, og jeg tror også det er lurt av en når man ser helhetlig gjennom en handlingsplan, kan man kanskje finne flere effektive grep enn ved bare å gjøre dette stykkevis og delt. Det er det Kristelig Folkeparti og flertallet i stortingssalen i dag ber om, for vi ser at det er en så stor utfordring vi står overfor at her må vi ha helhetlige grep, slik at vi kan ta vare på de pollinerende insektene våre.

så pass tydelig på at han prioriterer effektive grep – han har vel sittet i over to måneder i stolen, og denne saken har versert, så det er en kjent sak i departementet – hva slags effektive grep er det? Kan han gi meg et eksempel på noe som er underveis? Det må jo ligge i kortene at dette må komme fort, siden det er effektivt. effektivt. Kan han gi meg et eksempel på et effektivt grep som vil komme, uavhengig av denne handlingsplanen? Eitt av dei beste svara på dette er den forskinga og utviklinga av produkt som skjer t.d. på Ås. Det handlar om i kva grad ein kan bruke mekaniske verktøy i staden for plantevernmiddel, t.d. I den grad vi lykkast med å kommersialisere det, få fleire til å bruke det framfor bruke andre planter til å ta opp igjen jorda i staden for å bruke plantevernmiddel, sørgje for at ein greier å gjere om dei avfallsressursane som tidlegare kom frå veksthusnæringa, til nytt jordsmonn, som gjer at vi greier å ta opp igjen jorda i staden for å bruke plantevernmiddel, handlar det om dette. Dersom vi lykkast med å sørgje for at den tida vi brukar på å få ny teknologi tilgjengeleg i marknaden, vert kortare, er det eit av dei aller viktigaste grepa vi kan gjere. gjere. Så handlar det framleis om å ha storfe og småfe ute på norske beite, slik at vi held landskapet ope. Dette er det andre aller viktigaste grepet vi kan gjere. Dette er jeg enig i. Det som skjer på Ås, er særdeles viktig. Det som skjer med å kunne ha dyr på beite, som statsråden nå beskriver, er avgjort viktig. Men statsråden beskriver ikke noe effektivt grep i den sammenheng. Det så pass klart for seg at her bør det tas effektive grep, hva slags effektive politiske grep vil man ta fra Landbruksdepartementet og regjeringens side for å oppnå det statsråden nå prisverdig peker på? Det kunne det være interessant å høre, siden man har valgt denne retoriske veien, i motsetning til å gjøre som flertallet sier, at man lager en strategi. Eg har ikkje valt nokon retorisk veg. Eg peika på eit tiltak som vart gjennomført 1. juni i fjor, som handlar om endra lovverk for plantevernmiddel. Eg peika på at vi har laga ein handlingsplan for vidareføring av det, Eg peika på eit tiltak som vart gjennomført 1. juni i fjor, som handlar om endra lovverk for plantevernmiddel. Eg peika på at vi har laga ein handlingsplan for vidareføring av det, som eg vil følgje opp med konkrete forslag. Eg peika på den forskingsinnsatsen som vert gjord, delvis basert på offentleg finansierte ressursar til t.d. NMBU, NIBIO og andre aktørar som forskar for å gjere denne teknologien raskt tilgjengeleg for produsentane der ute. Det er slike forslag eg snakka om. Dersom Stortinget vil ha dei samla i ein strategi for å få oversikt over dei, har eg respekt for det, og eg kjem til å utføre det oppdraget eg eventuelt får frå Stortinget, men eg meiner strengt teke at dette er eit området det er mogleg å ha oversikt over utan. Knut Storberget får ordet til replikk nr. 3. Jeg skal gi meg nå, president. Dette er en beskrivelse av det Vi har en klar forventning, etter mitt skjønn, i Stortinget til at man bør sette i verk ytterligere tiltak for å møte den alvorlige situasjonen man står overfor. Jeg ble så pass betatt av statsrådens innlegg i sted om at her var det effektive grep på vei, og så hører jeg ingen. Jeg hører en beskrivelse av hva som skjedde i juni i fjor, og hva som skjer på Ås, og det er bra og veldig viktig, men jeg trenger ikke noen beskrivelse og oppramsing av det. Det er ikke det i hvert fall vi fra Arbeiderpartiets side mener med en strategi. Vi mener faktisk at det må tas noen grep, og jeg må si at jeg har ikke hørt noen svar på hva innholdet er, utover det som allerede skjer. Når eg peika på dei handlingsplanane vi allereie har laga, og som det er mogleg å setje seg inn i, ser eg fleire tiltak som er føreslått der. Så har eg peika på eitt av dei som eg meiner er viktigast, gjort i lovverket i fjor. fjor. Det kjem vi til å sjå resultat av i åra framover dersom vi får bøndene til å vurdere korleis dei kan bruke annan teknologi i staden for plantevernmiddel. Eg besøkjer drivhusnæringar no som tek i bruk dei avfallsprodukta dei har av sin eigen produksjon, til å få opp igjen jordsmonnet, utan å trenge å bruke plantevernmiddel, dei brukar biokol, t.d., og det er ei kjempegod satsing. Dette er det mogleg å stimulere meir til, og det kjem eg til å forsøkje å bidra til.

og det vi

Ja, det kan hende. Det

de vil stemme imot. Det voteres så over komiteens innstilling til II. Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er forslag nr. 1, fra Stein Erik Lauvås på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 2–4, fra Karin Andersen på vegne av

fra Knut Storberget på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 3–5, fra Knut Storberget på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 6, fra Siv Elin Hansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres først over forslag nr. 6. Det lyder: «Stortinget ber regjeringen utrede mulighetene for en økt satsing på